følgende vedtak: «I Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for avvikling av sykkelritt, med det formål å fremme forslag som bedrer trafikksikkerheten for deltakere i ritt, publikum og øvrige trafikanter langs traseen. II Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen Beslutningsmyndighet til å tillate bruk av slike vakter skal ligge hos den enkelte politimester. Bruk av mobile vakter forutsetter at tilstrekkelig opplæring er gjennomført. III Stortinget ber regjeringen sørge for midlertidige bestemmelser som sikrer muligheten til å gjennomføre planlagte sykkelritt i 2016 og lik praksis i Regjeringen legger fram forslag til endringer i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk, vegtrafikkloven. Det foreslås en ny § 7 b med hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om sykkelritt på veg som er åpen for alminnelig ferdsel. Slike bestemmelser vil kunne regulere ulike sider ved sykkelritt, herunder søknads- og klageprosedyrer, vilkår for gjennomføring av ritt og adgang til å fravike trafikkregulerende bestemmelser. Paragrafen innfører også adgang til å tildele trafikkregulerende myndighet til stasjonære og mobile vakter som bistår ved gjennomføring av sykkelritt. I medhold av paragrafen vil det kunne fastsettes krav om minstealder, skikkethet, kompetanse og kompetansebevis for slik myndighetstildeling og for adgang til å fravike trafikkregulerende bestemmelser. Det vil også kunne fastsettes regler om kompetansegivende virksomhet og gebyr for utstedelse av kompetansebevis. Formålet med endringsforslaget er å etablere klare rettslige for sykkelritt på veg for å ivareta sikkerheten for rittdeltakerne, tilskuere og andre trafikanter uten at framkommeligheten for øvrige trafikanter reduseres unødig. Et rigid regelverk og praktiseringen av dette har gjort det dyrt å arrangere sykkelritt på offentlig veg. Det har også vært ulik praktisering av lovverket. Dette gjelder både trafikkregulering og vakthold. Med dette lovendringsforslaget legges grunnlaget for å slippe frivillige krefter til på et område hvor politiet har vært enerådende. Det er imidlertid viktig å merke seg at politiet fortsatt vil være en sentral aktør i beslutningsprosessen. Politiet beslutter også om private vakter kan benyttes ved det enkelte ritt. En samlet komité håper at dette lovendringsforslaget vil legge til rette for at små og store sykkelritt fortsatt skal kunne arrangeres i hele landet innenfor trygge rammer og uten altfor store kostnader for arrangørene. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Lovavdelingens vurdering er som kjent at deler av myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, og regjeringen anbefaler at saken derfor bør behandles etter § 115 i Grunnloven, som krever tre fjerdedels flertall. Det framgår av proposisjonen at Finansdepartementet har innhentet i alt fire vurderinger av konstitusjonelle forhold ved de ulike modellene som har vært framme i forhandlingene om EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynssystem, og som de bygger framlegget på.

Det er Stortinget selv som vurderer både om dette er i tråd med Grunnlovens bestemmelser og hvilken paragraf saken skal behandles etter. Men det er en lang og sikker tradisjon for at Stortinget bygger sin vurdering på det grunnlag regjeringen legger fram, og regjeringen er konstitusjonelt ansvarlig for at den informasjon som gis, er korrekt og dekkende. Jeg nevner i denne sammenheng at Lovavdelingen gir sine juridisk-faglige vurderinger som et ekspertorgan og uavhengig av den politiske ledelse. De konstitusjonelle sidene ved saken har også vært en del av behandlingen i finanskomiteen og utenrikskomiteen. Finanskomiteen hadde en grundig høring i saken, hvor også disse spørsmålene ble godt belyst. De fleste partiene gir sin tilslutning til regjeringens vurdering av dette punktet, selv om noen partier skulle ønske at forhandlingsløsningen var annerledes, og derfor ønsker at regjeringen skal gjøre nye forsøk ved forhandlingsbordet.

1. januar 2011, og deretter begynte forhandlingene med EFTA-landene om hvordan det kunne implementeres i EØS-avtalen. Det har vært orientert om disse problemstillingene og dette arbeidet fra og med finansmarkedsmeldingen 2009 og i hver melding fram til 2015. Det var orientert om i statsbudsjettene 2010, 2011, 2014, i revidert budsjett 2014 og i statsbudsjettene 2015 og 2016. Det har vært omtalt i EU/EØS-redegjørelsene fra 2013 og framover og i Europautvalgets møter. I Europautvalgets møte den 13. oktober 2014 gjennomgikk finansministeren og europaministeren hovedtrekkene i den løsningen som Stortinget nå har til behandling, og at løsningen er innenfor topilarsystemet, at den innebærer overføring av myndighet på enkelte områder til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen, og at regjeringen vurderer det slik at den forutsetter samtykke fra Stortinget med tre fjerdedels flertall etter Grunnloven § 115. Jeg vil også peke på at i Innst. 227 S for 2012–2013 til Meld. St. 5 for 2012–2013, hvor norsk tilknytning til byråer og tilsyn på generelt grunnlag var omtalt, ba en samlet utenriks- og forsvarskomité regjeringen vurdere en løsning i tråd med topilarsystemet i EØS-avtalen. Det er nettopp hva resultatet er blitt. Jeg synes det er riktig å nevne dette fordi det er en sak som startet under den forrige regjering, som også arbeidet for en løsning helt i tråd med det som er blitt resultatet. Stortinget har vært løpende orientert om saken. Da er det vanskelig å hevde at den kom brått på Stortinget, og behovet for ytterligere konstitusjonelle avklaringer burde derfor avtegnet seg på et vesentlig tidligere tidspunkt i prosessen. Arbeiderpartiet vil på denne bakgrunn stemme

Men nå skal vi altså diskutere finanstilsynssaken i Stortinget på mandag. Det er gjort grundig rede for overfor alle gruppene at da vil det bli fullt frammøte og en grundig behandling, som gjør at vi får behandlet den saken på riktig måte. Høyre vil også avvise det forslaget som er fremmet – de to forslagene som ligger på bordet. bordet. Jeg viser for øvrig til den grundige gjennomgangen representanten Hansen hadde av forløpet i saken, som jeg også synes taler for at dette er en sak som man nå får ta og diskutere i Stortinget på mandag, og ikke ha en ekstra runde her i dag.

Når det kommer til forslagsstillernes bekymring om hvorvidt framgangsmåten her vil kunne skape presedens for framtidig suverenitetsavståelse til andre EU-byråer og -tilsyn, er min korte kommentar at det vil være naturlig at vi vurderer hver sak for seg etter hvert som de eventuelt skulle bli fremmet. Det er

selv om det er litt på overtid, ber jeg om at man allikevel imøtekommer det, slik at det kan behandles her i dag – hvor vi ber om at man i samsvar med Grunnloven § 83 ber Høyesterett utarbeide en juridisk betenkning om vår tilknytning til EUs finanstilsyn, har det sin grunn i at det har blitt en stadig sterkere debatt knyttet til om hvorvidt den løsningen som regjeringen anbefaler, og som antakelig vil få et betydelig flertall her, er innenfor Grunnlovens rammer. Regjeringen har jo selv – og det er fortjenstfullt – erkjent at dette er en vesentlig suverenitetsavståelse og skal derfor behandles etter § 115. Men vi mener det nå kunne være et godt grunnlag for eventuelt å få stadfestet at den løsningen som er valgt, er innenfor Grunnlovens rammer, ved å be Høyesterett foreta denne vurderingen. Hvorfor bruker vi da § 83? Det er fordi dette er Grunnlovens egen anvisning om hvordan Stortinget kan be om en juridisk betenkning fra kompetent hold, utover regjeringen. Regjeringen har ikke den muligheten, det står ikke noe om det i Grunnloven. Derfor ligger det til Stortinget eventuelt å foreta den anmodningen. Dersom det skulle vise seg at Høyesterett kommer fram til at dette ikke var innenfor Grunnlovens rammer, har vi spart både mye tid og krefter, slik at man ikke risikerer å komme i en situasjon hvor man først får en konkret sak som skal gjennom rettssystemet, og som kommer til Høyesterett – og dermed kan få en sluttsats som sier at dette ikke var innenfor Grunnlovens regler, med de påfølgende konsekvensene det får. Og det er slik at Høyesterett faktisk ikke har veket tilbake for å si at vedtak i denne sal har vært utenfor Grunnloven – det er nok bare å nevne Opplysningsvesenets fond og tomtefestelov som to viktige eksempler fra relativt kort tid tilbake. Det er god grunn til å spørre seg om den konstruksjonen – jeg tror en kan velge det ordet – som innenfor vår avtale, står seg i forhold til § 115, hvor det kan stilles alvorlige spørsmål ved den reelle innflytelsen Norge har, og særlig på bakgrunn av at det også av regjeringen er sagt at dette fort kan danne grunnlaget for hvordan vi skal behandle tilsvarende saker på andre saksfelt. På den bakgrunn fremmer jeg vårt

behandler. Har Stortinget tatt det inn over seg? Etter den hasteinnkalte høringen vi hadde i finanskomiteen 12. mai – som det ble kalt inn til på tirsdag, og som kom på torsdag, svært hasteinnkalt – har det kommet mange nye opplysninger som ikke er belyst i proposisjonen. Vår fremste grunnlovsekspert, professor Eivind Smith, som er alle partiers fremste rådgiver og faglige autoritet når vi skal fremme endringer i Grunnloven, har vært tydelig. La meg sitere: «Løysinga regjeringa vil ha Stortinget med på er mest ei reint formalistisk omgåing av krava for myndigheitsoverføring i Grunnlova.» Det er altså en «omgåing av krava for myndigheitsoverføring i Grunnlova». Tydeligere kan det ikke sies. Andre tunge juridiske fagmiljøer, som Universitetet i Bergen, har advart mot det, det samme har det juridiske fagmiljøet i Tromsø gjort. Et hovedargument fra saksordføreren og fra regjeringspartiene har vært at det er tidspress. Fordi man på Island skal behandle saken så fort, kan ikke Norge stå igjen alene, derfor må vi hastebehandle saken og gjøre det raskere enn om vi skulle behandle et middels Dokument Så får vi opplyst fra Island at der blir det ikke behandlet før sommeren. Der er det stor usikkerhet om utfallet. De fremste juridiske eksperter på Island advarer mot at det kan være i strid med deres konstitusjon. Derfor er det fortsatt til behandling i to komiteer i det islandske Alltinget. Hvorfor skal vi ta lettere på vår grunnlov enn det Alltinget gjør på Island? Hvorfor skal vi hastebehandle en sak, når Island tar seg tid og dette uansett ikke vil tre i kraft før også Island har gjort sine vedtak? Hvordan kan vi være trygge på at det vi gjør, er i samsvar med Grunnloven, når våre tyngste juristmiljøer ikke er det, og når den fremste av dem alle, professor Eivind Smith, er så tydelig?

vurdering. Vi har tid til det, og vi må som parlament ta oss tid til det når det blir framsatt så tunge motargumenter fra så tunge fagmiljøer som vi her ser. Så min oppfordring er: Kjære medrepresentanter, stem for forslaget, slik at saken blir bedre opplyst! Jeg vil også opplyse om at vi selvfølgelig vil støtte forslaget som Hans Olav Syversen tar opp på vegne av Kristelig Folkeparti. Det bør være et tankekors for de andre medlemmene i finanskomiteen også finanskomiteens leder ser behov for en så tung juridisk vurdering som den han nå tar til orde for, og at de andre medlemmene i finanskomiteen og i Stortinget er så trygge på at de har en tyngre juridisk forståelse enn det de tyngste jusekspertene i Norge har. Jeg er

har store, store ringvirkninger for menneskers hverdag, men som er vanskelig å ha oversikt over, vanskelig å lovregulere og vanskelig å avhjelpe i krisesituasjoner. Derfor er det med et litt tungt hjerte at SV har gått inn for ikke å støtte regjeringens forslag, og det skal vi gjøre nærmere rede for på mandag, kan det se ut til, når saken er Men jeg føler det likevel er på sin plass å fortelle hvorfor jeg og SV, som i utgangspunktet er svært positive til et mer felles finanstilsyn på tvers av landegrensene, er så skeptiske i dette tilfellet. Det synes jeg både Hans Olav Syversen og Trygve Slagsvold Vedum har gjort godt rede for. Viljen til å regulere og ha godt tilsyn med finansmarkedene må jo skje på en måte der alle i salen føler seg trygge på at man vet hva man gjør.

Norge. Det er også uklart hvordan dette helt lar seg forene med Grunnloven § 115. Det står til og med svart på hvitt i proposisjonen fra regjeringen følgende: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlete modellen at EFTAs overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndigheten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak.»

at Norge og norske rettssubjekter har en annen og mer begrenset klageadgang enn det andre europeiske land og aktører i finansbransjen har. Jeg har problemer med å se at det er godt nok godtgjort av flertallet at dette er en form for suverenitetsavståelse som er i tråd med hensikten med Grunnloven § 115. Da er den gode nyheten at det går det an å finne ut hvis man tar seg og innhenter juridiske betenkninger. Spesielt i saker hvor vi avstår suverenitet og for første gang tar i bruk denne paragrafen, bør vi ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Dette er snakk om en sak som innebærer at Norges tilknytning til EUs finanstilsyn vil være uten praktisk reell innflytelse på politikken som pålegges oss. Det vil være en suverenitetsavståelse på kanten, vil jeg si, av det Grunnloven tillater. Vår tilslutning vil gi myndighet til EUs finanstilsyn som det er vanskelig å overskue de framtidige konsekvensene av. Norske aktører vil, så vidt jeg kan skjønne, ikke få tilgang til den ankenemnda som andre aktører vil ha tilgang til i EU. Det er tvilsomt i hvor reell grad norske myndigheter vil ha tilgang til domstolsprøving i tilfeller hvor EU-tilsynet tolker EØS-regelverket i strid med norske standpunkt. standpunkt. Ikke minst, som Syversen også var innom, vil Norge med tilslutning på de premissene som regjeringen nå har forhandlet fram, komme til å svekke Norges stilling i tilsvarende forhandlinger om deltakelse i EUs tilsyn innen andre områder, som telekom, personvern og energi. Og det er ikke hvilke som helst områder, det er ganske viktige områder for hvordan Norge styres, hvordan norske verdier forvaltes, og hvordan norske Jeg er som sagt sterk tilhenger av bedre overnasjonal styring med finansmarkedene. Det forutsetter demokratisk styring med finansmarkedene, ikke å gi fra seg myndighet uten å kunne overskue konsekvensene av det. Jeg mener det beste tilhengerne av en norsk tilslutning til EUs finanstilsyn kunne gjort akkurat nå, var å slutte seg til forslagene fra både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om å skaffe bedre kunnskap om de reelle konsekvensene.

de siste dagene har det kommet fram at det er representanter for ulike partier som støtter den bekymringen som Senterpartiet hele tiden har tatt til orde for. Spesielt i regjeringspartiet Fremskrittspartiet har det stått fram flere representanter som er svært skeptiske til den løsningen som nå har blitt valgt. Så min utfordring til Roy Steffensen, som snakker på vegne av Fremskrittspartiet, er: Er Fremskrittspartiets gruppe fristilt? Eller er det sånn at det går så mye prestisje i denne saken at folk ikke får lov til å stemme etter sin egen overbevisning? I et så stort og så prinsipielt spørsmål som å avgi suverenitet fra Det norske storting og det norske finanstilsynet til Brussel og det europeiske finanstilsynet, er det det som er holdningen i Fremskrittspartiet nå – at man pisker folk på plass? Eller kan den enkelte representant stemme etter det en selv mener er rett? Jeg håper i en sånn type spørsmål, som for meg ville ha vært et samvittighetsspørsmål, at Fremskrittspartiet ikke har blitt så regjeringstro at man ikke lar sine representanter stemme etter sin egen overbevisning. Jeg er også sikker på at flere av de representantene som har blitt valgt inn her både fra Arbeiderpartiet og fra Fremskrittspartiet, har flagget høyt i valgkampen at de er for norsk suverenitet, at de er for at Norge ikke skal være medlem i EU. Da bør man også i en sak som denne bli fristilt. Det har vært tradisjon for i Det norske at representantene kan stemme etter egen overbevisning i nettopp slike spørsmål. Så min utfordring til Roy Steffensen er: Kan han på vegne av Fremskrittspartiet klargjøre om det er sånn at alle representanter i Fremskrittspartiet nå blir pålagt å følge partipisken, eller kan de stemme etter egen overbevisning? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Jeg er glad for å komme til Stortinget i dag for å redegjøre om registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Det er

Den ordinære ventelistestatistikken, som måler tid til oppstart av helsehjelp, viser at ventetiden går ned. Antall ventende går også ned. Antall behandlinger og utredninger går opp. I 2015 var gjennomsnittlig registrert ventetid 69 dager mot 78 dager i 2010. Utviklingen i ventetiden har svingt litt på Går vi tilbake til 2004 og 2005, finner vi omtrent samme nivå på ventetiden som i 2015, dvs. 70 dager. Trenden med fallende ventetid bekreftes også av et annet ventetidsmål fra Helsedirektoratet. Dette målet viser tiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset til pasienten har fått en bestemt utredning eller behandling, for Disse tallene er tilgjengelige fra 2013 til 2015. Målet gir mer informasjon om utvalgte forløp og er en detaljering av ventelistestatistikken. Tallene viser en nedgang i median ventetid på syv dager fra 2013 til 2015. Resultatene herfra støtter dermed ikke påstanden om såkalte økte interne ventelister som følge av vridning fra rett til behandling til rett til utredning. Eller med andre ord: Dette er tall som tyder på at det er en reell nedgang i de gjennomsnittlige ventetidene. Regjeringen vil ikke bare redusere ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. At regjeringen har innført pakkeforløp for kreft, viser at vi tar helheten i pasientens forløp på alvor. 30 000 pasienter har nå kommet I pakkeforløpet får pasienten definerte tider til utredning, diagnostisering, beslutning og oppstart av behandling, dette fordi all venting betyr noe for pasientens opplevelse av møtet med helsetjenesten. Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å utrede pakkeforløp også for hjerneslag, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den positive utviklingen i ventetiden har mange årsaker. Først og fremst skyldes det en betydelig innsats fra dem som jobber i sykehusene. Men det skyldes også gode og økende sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig. I debatten er det påstått at reduksjonen i antall ventende går ut over pasientene som er i et Dagens Medisin har brukt begrepet «interne ventelister» om dette, og ord som skjulte ventelister og hemmelighold. Men dette handler om å ha oversikt over pasientforløpene. Derfor blir begrepet «interne ventelister» misvisende i denne sammenhengen. God oversikt over pasientforløpene skal alle helseregioner ha. Mitt klare inntrykk er at dette er noe en er blitt mer bevisst på, og arbeider mer systematisk med. Å ha oversikt over pasientforløp er helt avgjørende for å ha en god planleggingshorisont, noe også Riksrevisjonen har påpekt som nødvendig. Helseregionene må jobbe enda mer med å ha oversikt over forløpene. Helse Sør-Øst har tall som viser at reduksjonen i antall ventende ikke går ut over pasienter som er i et pasientforløp i sykehusene. Dette måles ved å se på utviklingen i antall pasienter som har passert det som er den tentative tiden for pasientmøte. Fra målingene begynte i april 2015, er antall pasienter som har passert tentativ tid, redusert fra 85 000 til 61 000 i mai 2016. Pasientene er nyhenviste eller i et forløp, og reduksjonen er lik for begge gruppene. Disse tallene tyder på at arbeidet med å redusere ventetiden for nyhenviste ikke går på bekostning av kronikere og andre pasienter som er i et forløp. Vi har i de senere årene sett en endring i form av at flere pasienter tas ut av ventelistene når utredningen er begynt. Norsk pasientregister har tall tilbake til 2011. Tallene viser at andelen nyhenviste pasienter til utredning har økt fra 69 pst. i 2011 til 85 pst. i 2015. Tilsvarende er andelen nyhenviste pasienter til behandling redusert. Endringen i form av at flere pasienter tas ut av venteliste ved oppstart av utredning enn ved oppstart av behandling startet altså før denne regjeringen overtok, og lang tid før de nye pasientrettighetene ble iverksatt 1. november 2015. Vi vet ikke i dag hvorfor andelen pasienter som vurderes til å ha behov for utredning, er større enn tidligere. Dette kan skyldes pasientenes behov, ønske om en grundigere utredning før behandling, endrede rutiner eller andre forhold. Vi har heller ikke et medisinskfaglig kunnskapsgrunnlag som kan bekrefte hva som er den riktige andelen eller fordelingen mellom disse to gruppene Når pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vurdere henvisningen innen ti virkedager og ta stilling til om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Dersom pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, skal det settes en individuell, juridisk bindende frist for oppstart av enten utredning eller behandling. Fristen skal settes til et tidspunkt som gjør det mulig å starte og fullføre et pasientforløp i løpet av medisinsk forsvarlig tid. Dersom det i løpet av vurderingstiden er mulig å fastslå med stor grad av sannsynlighet hvilken behandling pasienten skal ha, anses tilstanden som avklart. I så fall skal det settes frist for når behandlingen senest skal starte. I andre tilfeller vil det ikke være mulig å fastslå hvilken konkret behandling pasienten har behov for på henvisningstidspunktet. Det kan være flere grunner til dette. En kan være usikker på hva som feiler pasienten, eller hva som vil være riktig behandling for vedkommende. Det er heller ikke i pasientens interesse å få en frist til en gitt behandling dersom diagnosen ikke er avklart, eller det er usikkert hvilken behandling han eller hun skal ha. Det vil dermed være nødvendig med videre utredning for å få avklart dette. I slike tilfeller vil det være riktig å sette en frist for når utredningen skal starte. Fristen oppfylles først når pasienten gis en reell oppstart på pasientforløpet. Det er derfor ikke tilstrekkelig at sykehuset innkaller pasienten til en time, dersom nødvendig utredning faktisk ikke kommer i gang. I debatten har dette vært omtalt som en hilse-time. Men pasienten kan ikke tas ut av ventelistene etter en hilse-time eller samtale. Nødvendig utredning må ha vært satt i gang. Det er viktig å understreke at kravet til forsvarlig behandling gjelder uansett. Pasienter som tas ut av venteliste etter skal få videre oppfølging og eventuell behandling innen medisinsk forsvarlig tid. Som det ble understreket i forarbeidene til den nye bestemmelsen om rett til nødvendig helsehjelp, er det et krav at hele pasientforløpet skal planlegges så langt som mulig, og at informasjon om dette skal gis til pasienten. Derfor er det viktig at sykehusene har oversikt over pasientforløpene. Det er altså ikke kritikkverdig eller noe som er galt. Sykehusene må jo ha oversikt over den totale pasientpopulasjonen de skal håndtere, uavhengig av hvor pasienten er i behandlingsforløpet, og kunne planlegge godt. At pasienter står på såkalte interne ventelister i sykehusene, er derfor ikke et problem i seg selv, slik det framstilles bl.a. i Dagens Medisin. I Dagens Medisin ble det vist til Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus. Der hadde de 15 782 pasienter registrert i pasientforløp, mens den offentlige ventelisten viste at det var oppført 2 456 pasienter som venter på utredning eller behandling. Jeg har forelagt saken for Helse Sør-Øst. En forklaring på tallene er nettopp at særlig innen plastisk kirurgi er det naturlig at antall pasienter i et forløp vil være svært stort, nettopp fordi mange pasienter vil ha behov for kontakt med sykehuset over flere år, bl.a. gjennom flere påfølgende operasjoner, oppfølging og jevnlige kontroller. Likevel mener jeg at sykehusene må jobbe enda mer med å få oversikt over pasientforløpene, dvs. det å ha en god planleggingshorisont. Det å ha mange pasienter inne i et forløp er derimot ikke kritikkverdig. I debatten er det også stilt spørsmål om avviste henvisninger. Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven kan en rettighetsvurdering ha to utfall. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, eller pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Hvis det ikke foreligger opplysninger i henvisningen som tilsier at pasienten har behov for utredning eller behandling av spesialisthelsetjenesten, og den som vurderer henvisningen ikke har mistanke om at henvisningen er mangelfull, vil utfallet av rettighetsvurderingen bli at pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I slike tilfeller blir pasienten henvist tilbake til primærhelsetjenesten. I 2015 mottok spesialisthelsetjenesten om lag 1,6 millioner henvisninger. Av disse ble om lag 203 000 vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er disse tallene som kalles avviste henvisninger. Andelen avviste henvisninger var 12,7 pst. i 2015. Tilsvarende tall for 2012 var 9,8 pst. Norsk pasientregister har ikke publisert tall for dette før 2012. Det er gjort mye for å sikre god samhandling og dialog mellom sykehus og fastlegene. utarbeidet en henvisningsveileder som kan brukes av fastleger som henviser til spesialisthelsetjenesten. Det er også laget en diagnoseveileder for pasienter som skal inn i kreftpakkeforløp – med koblinger til veilederen om henvisninger. For å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for pasientene er kommuner og sykehus gjennom lov pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Andelen avviste pasienter har altså vært svakt økende siden 2012, men ifølge Helsedirektoratet er tallene her noe usikre. Tallene kan derfor være høyere enn det er grunnlag for å si. Som en del av utredningsoppdraget til Helsedirektoratet vil jeg be dem om å se på årsakene til avviste pasienter i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil også be Helsedirektoratet om å se grundig på nettopp disse to problemstillingene. Praksis skal undersøkes opp mot regelverket og prioriteringsveilederne. Jeg vil også be Helsedirektoratet vurdere påstandene om ulik praktisering av regelverket mellom ulike sykehus. Helsedirektoratet skal også vurdere om det er behov for flere tiltak for å få på plass en enhetlig og riktig praktisering av regelverket. Samlet sett er dette oppdraget relativt tidkrevende, og fristen for oppdraget vil derfor bli satt til sent i 2016. Jeg vil også ta opp problemstillingen med de fire helseregionene i et møte som skal være den 22. juni – dette for å forsikre meg om at regelverket er riktig forstått. Det er ikke første gang vi har en debatt om registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Riksrevisjonens rapport fra 2012 og Helsetilsynets tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av pasienter med tykktarms- og endetarmskreft avdekket at sykehusene registrerte «ventetid slutt» ulikt i Norsk pasientregister. Helsedirektoratet ble derfor i 2013 bedt om å gjennomføre tiltak for å oppnå en mer enhetlig og riktig registrering av ventetider. Det var den forrige regjeringen som ga dette oppdraget. Vi har fulgt opp, og flere tiltak er innført, bl.a. nye prioriteringsveiledere og nytt ventelisterundskriv i 2015. Prioriteringsveilederne for de enkelte fagområdene gir anbefalte tidsfrister for oppstart av utredning for uavklarte tilstander og oppstart av behandling for avklarte tilstander. Prioriteringsveilederne gir et utgangspunkt for fristfastsettelsen, men spesialisthelsetjenesten må alltid foreta en individuell medisinskfaglig vurdering av henvisningen. Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt ventelisterundskriv i 2015. Formålet er lik og korrekt registrering av ventetid. De fire helseregionene har videre samarbeidet om og utarbeidet et nytt e-læringskurs for personell. Her beskrives kriteriene for å gi pasienter rett til nødvendig helsehjelp og hvem som skal ha denne retten i form av frist til utredning eller behandling. Det er altså innført flere tiltak siden 2012 som vil øke kvaliteten på Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. En utfordring som stadig påpekes av pasientene selv og i internasjonale undersøkelser, er at en venter unødig lenge på nødvendig behandling i Norge sammenlignet med andre land. Regjeringen har derfor tatt en rekke grep for å redusere ventetiden for pasientene. Fra dag én var derfor oppdraget vårt til sykehusene svært tydelig: Ventetidene skulle ned. Tidligere ble sykehusene fulgt tett opp på de økonomiske resultatene. Nå følges de tett opp på resultatene for pasientene, ventetid og kvalitet. Vi har gitt sykehusene bedre redskaper for å løse oppgaven: De får mer betalt for å behandle flere pasienter. Innsatsstyrt finansiering ble økt til 50 pst. fra og med 2014. Vi har fjernet taket på hvor mange pasienter de kunne behandle fra og med 2015. Finner sykehusene smartere måter å behandle pasientene på, blir de ikke stoppet av begrensninger på hvor mange pasienter de kan behandle. Alle helseregioner har etter oppdrag fra regjeringen nå etablert innsatsteam som hjelper den enkelte avdelingsleder til å få til endringer og overføre erfaringer fra andre avdelinger som har lyktes med å øke kapasiteten og redusere ventetiden. De 28 pakkeforløpene på kreft har redusert unødvendig venting for store pasientgrupper, samtidig som metoden for bedre pasientforløp er en modell for tilsvarende endringer for andre pasientgrupper. Arbeidet har vist hvordan en ved å fjerne flaskehalser og koordinere pasientforløpet på tvers av avdelinger også fjerner unødvendig venting. Nye pasientrettigheter trådte i kraft 1. november 2015. Nå får pasienten et brev innen ti dager, der det står et tidspunkt for når helsehjelpen skal starte. Da føler pasienten seg tryggere, og sykehuset er nødt til å planlegge aktiviteten lenger fram i tid. Dette er helt sentralt. Skal en lykkes med å få ned ventetider både til sykehus og i sykehus og utnytte ressursene i sykehuset på en bedre måte, er sykehusene nødt til å planlegge aktiviteten sin i større grad fram i tid. Samtidig ble sykehusene nå også ansvarlig for å finne et nytt tilbud til pasienten, hvis de selv ikke klarer å overholde den medisinske tidsfristen. Før var det overlatt til den enkelte pasient å ta kontakt med HELFO. Vi har også prioritert helse høyere. Statsbudsjettet for 2016 legger til rette for en aktivitetsvekst på Dette er en høyt budsjettert aktivitetsvekst sammenliknet med tidligere år. I oppdragsdokumentet for 2016 ba jeg helseregionene om å foreslå indikatorer som måler nettopp kapasitetsutnyttelse og effektivitet. De regionale helseforetakene har nå foreslått ulike indikatorer for dette. Forslagene er nå til vurdering i departementet. Indikatorene er ment til bruk av departementet til styring og oppfølging av helseregionene. De regionale helseforetakene skal også bruke indikatorene til styring og oppfølging i neste omgang overfor sine sykehus. Sykehusene har også fått flere redskaper, de er nå tett på, og vi mener altså at vi har flere indikasjoner på at ventetidene går ned. Det er gjort et stort arbeid i regionene og på sykehusene for å redusere ventetidene. Dette har vært et prioritert område. område. Blant tiltakene kan nevnes tett oppfølging av sykehusene gjennom faste møter, utvikling av langt bedre styringsdata og operativ støtte til avdelinger med store utfordringer gjennom regionale innsatsteam. Dette viser at regjeringen har iverksatt nye ideer og bedre løsninger for å redusere unødvendig venting for pasientene. Dette handler ikke bare om å bevilge mer penger, men også om å bruke ressursene bedre.

Presidenten vil nå i henhold til Stortingets forretningsordens § 45 andre ledd foreslå at det åpnes for en kort kommentarrunde, begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter fra hver partigruppe og et avsluttende innlegg fra statsråden. – Det anses vedtatt. Jeg er

Jeg vet også at ventetidslister og ventetider er sammensatte spørsmål som har gått igjen i diskusjonen i norsk helsepolitikk i mange år. Det er derfor all mulig grunn til å bruke tallene som man opererer med, med varsomhet, og i tillegg til disse statistikkene vektlegge andre parametere når innsatsen til sykehusene skal vurderes. Men hva er det som har skjedd under dagens regjering? Det motsatte. Uke for uke, år etter år, har statsminister, finansminister, helseminister og alle i Høyre og Fremskrittspartiet ikke latt én eneste mulighet gå fra seg til å drive uhemmet skryt av egen innsats og uten forbehold påstå at det står såkalt 42 000 færre pasienter i helsekø nå enn før regjeringsskiftet. Vi har fra denne talerstolen og i offentligheten en rekke ganger advart mot å bruke så forenklede sammenstillinger. Man kan ikke trekke opp enkeltstatistikker på den måten uten å ta flere forbehold. Nå er helseministeren noe mer ydmyk. Han bruker andre begreper og sier f.eks. at hovedbildet viser, at den offisielle statistikken viser, og at tallene er usikre, som han påpekte. Han sier til og med at det ikke er et problem i seg selv at folk står på såkalte interne ventelister, og at disse beskyldningene og anklagene om at det er skjedd en nyorientering i registreringen, tar regjeringen nå såpass alvorlig at de skal gi et eget oppdrag til Helsedirektoratet – som er tidkrevende og omfattende, sier helseministeren – for å gå gjennom hva som faktisk er tilfellet. Da er vi i en situasjon hvor jeg ber om og forlanger at regjeringens selvskryt dempes kraftig inntil vi har de svarene som Helsedirektoratet er bedt om å ettergå, og at disse forbeholdene vi nå har hørt fra helseministeren i Stortinget, gjentas hver gang selvskrytet om egen politikk skal framføres, også i offentligheten. I tillegg forlanger jeg, på vegne av Stortinget, at de spørsmålene som mange representanter fra ulike partier har stilt til regjeringen om hva som er de faktiske forholdene rundt disse sakene, blir besvart på en saklig, gjennomgående og grundig måte. Helseministeren pekte bl.a. på tallene som Dagens Medisin og NRK har omtalt ved den ene klinikken

ser. Da mener jeg at det ikke er opp til regjeringen og helseministeren å vurdere om det f.eks. er rimelig at Stortinget får greie på hvor mange andre pasienter som står i såkalte interne køer ved de andre klinikkene ved Oslo universitetssykehus og sykehusene for øvrig. Den informasjonen vil vi faktisk ha her i Stortinget, slik at vi kan gjøre oss opp vår egen mening om hvordan tallene har utviklet seg. må dessverre fastslå at helseministeren en rekke ganger har unnlatt å svare på dette i skriftlige spørsmål. Jeg sier nå på nytt at nå skal fakta på bordet, retorikken skal dempes, selvskrytet skal ned, og så skal vi ha en ordentlig, saklig diskusjon om framtiden når det gjelder norske pasienter som venter. På vegne av Arbeiderpartiet har jeg holdt og kan holde en lang rekke innlegg om den fantastiske innsatsen som skjer ved Vi har i årevis blitt møtt med ensidig negativ kritikk. Nå må også regjeringen stå til ansvar for det som har skjedd på deres vakt, og svare Stortinget skikkelig. Jeg vil gjerne, hvis det er mulig, be om at helseministeren i slutten av denne runden bekrefter at han nå vil legge vekk mye av dette uhemmede selvskrytet til vi har alle fakta på bordet.

i privat sektor for å ta i bruk ledig kapasitet og kompetanse til beste for pasientene. Vi har gjennomført pasientrettede reformer i sykehusene, slik som pakkeforløp for kreft og fritt behandlingsvalg for rus og psykisk helse. Den viktigste jobben er det helsepersonell som gjør, over hele landet. Når pasientbehandlingen skal organiseres på en annen måte, som i pakkeforløpene, krever det mye av de ansatte. Og de har strukket seg, jobbet hardt og bidratt til det vi så tydelig ser nå – at ventetidene går ned, at helsekøene blir kortere, og at antall utredninger og behandlinger går opp. Det har over år skjedd en endring i registreringspraksis i sykehusene. Det er foreløpig ikke grunnlag for å si noe bastant verken om hva som er bakgrunnen for dette, eller om hvilke konsekvenser det har. Jeg viser til Helsedirektoratets store undersøkelse av 300 000 pasientforløp fra 2014, som viser en redusert median ventetid på syv dager. Vi kan altså med trygghet si at ventetidene har gått ned. Jeg leste i tillegg senest i dag en veldig interessant artikkel som er lagt ut på Helse Sør-Øst sine nettsider, skrevet av Karl-Arne Johannessen, Nicolai Møkleby, Folke Vidar Sundelin og Bente Brandvik. Der fremgår det at arbeidet med å redusere ventetider og unngå fristbrudd fra 2013 har vært prioritert som Helse Sør-Østs viktigste innsatsområde, og det har vært lagt ned en betydelig innsats ved det enkelte helseforetak for å redusere ventetidene. Snitt ventetid i foretaket for alle som venter, er redusert fra 113 dager i januar 2014 til 65 dager i april 2016. I samme periode er antall ventende redusert fra 144 644 til 104 736. Artikkelen er samtidig kritisk til påstandene som har kommet om at pasienter blir skjult i såkalt interne ventelister. Med bakgrunn i disse tallene reagerer jeg derfor på hvordan Arbeiderpartiet de siste ukene har forsøkt å lage en vinkling på at ventetidene og antall fristbrudd har gått ned av politisk press og triksing med tall. Kanskje er det forståelig at representanten Micaelsen er forarget, at han forsøker å bortforklare alle de resultatene? Men vi vil fortsatt være svært stolte av de gode resultatene som vi nå skaper. Fasiten etter åtte år med Arbeiderpartiet i regjering har vi. Nesten 50 000 flere pasienter ventet på behandling, og ventetidene hadde økt. Nå er det over 40 000 færre pasienter i helsekø, og ventetiden er på et lavere nivå enn den var da forrige regjering tok over. Dette er konkrete, korrekte tall, som Arbeiderpartiet ikke kan snakke bort. Det vi vet før valget neste år, er at Arbeiderpartiet vil reversere fritt behandlingsvalg. Siden reformen er innført gradvis for rus og psykisk helse, vil Arbeiderpartiets politikk ramme disse pasientene mest de samme pasientene som opplevde ikke å bli prioritert under åtte rød-grønne år. Tall fra Norsk pasientregister viser at gjennomsnittlig ventetid for rusbehandling i mai var på 34 dager, altså en nedgang på hele 27 dager fra 2013. Rask henvisning fra fastlege til spesialist er noe av det pasientene verdsetter høyest. Da Jonas Gahr Støre var helseminister, uttalte han: «Når helsekøene i Norge øker, er det ikke fordi ventetidene går opp, men fordi vi er i stand til å hjelpe stadig flere, og flere får henvisning. Da blir det en større gruppe som venter på hjelp – som befinner seg på veien mellom fastlegen og sykehuset.» Det å være et sted på veien mellom fastlegen og sykehuset når det kan være mistanke om alvorlig sykdom, er krevende. Pasienten selv og de nærmeste rundt er utrygge og redde. Det er Pasienten selv og de nærmeste rundt er utrygge og redde. Det er rask henvisning og kort tid før man møter spesialisten som er det viktige. Da føler man seg trygg, sett og ivaretatt, og man er i et forløp i sykehuset. Derfor kan det ikke utelukkende betegnes som negativt at pasienter opplever ventetid etter første konsultasjon. Det kan være godt medisinsk begrunnet, og det kan være en del av den videre utredningen. Men den første konsultasjonen skal ikke være en Bevisst flytting av ventetiden for pasienter til rett etter konsultasjon, er i strid med loven og skal selvsagt ikke forekomme. Derfor er vi fornøyd med at helseministeren i dag har redegjort bredt for ventetider og helsekøer, og vi ser frem til Helsedirektoratets redegjørelse.

gått igjennom veldig mye av det arbeidet vi har gjort på våre tre år på vakt, så jeg føler ikke behov for å gjenta det. Jeg har bare lyst til å knytte noen kommentarer til det. Det er et faktum at sykehuskøene økte og økte jevnt og og nådde en topp i 2011. Den toppen var rett og slett formidabel. Da har jeg i grunnen forståelse for at dette smerter for Arbeiderpartiet, men jeg synes faktisk det er litt leit at Arbeiderpartiet ikke klarer å glede seg over en utvikling som betyr at pasientene nå får raskere hjelp.

det. Jeg er også enig i at tiden man venter, kanskje er det viktigste, men uansett: Størrelsen på en helsekø sier noe om helsetjenestene våre også. Jeg synes ikke vi bare skal kimse av det, så for oss i Fremskrittspartiet er det av stor betydning at antall ventende går ned. Det betyr at færre står i den belastningen, færre bekymrer seg. så for oss i Fremskrittspartiet er det av stor betydning at antall ventende går ned. Det betyr at færre står i den belastningen, færre bekymrer seg. Det har vært mye snakk om interne ventelister. Etter å ha hørt redegjørelsen nå og lest meg litt opp på dette med interne ventelister, tenker jeg at det faktisk ikke er noe problem. Snarere tvert imot føler jeg det ganske betryggende at det finnes sånne lister, fordi det betyr at man har mer kontroll på pasienter som for mange saker hvor pasienter har blitt glemt i systemene, og det ønsker vi slettes ikke mer av. Fremskrittspartiet har vært opptatt av fire måltall. Vi har vært opptatt av antallet som venter, vi har vært opptatt av hvor lenge de venter, vi har vært opptatt av antall korridorpasienter, og vi har vært opptatt av fristbrudd. Når alle de tallene går nedover, går i riktig retning, er dette til syvende og sist det aller viktigste for oss i Fremskrittspartiet. Men dette er en kontinuerlig jobb, og vi kan ikke hvile på våre laurbær. Vi skal videre nedover, og vi trenger et kontinuerlig fokus på problemstillingen. problemstillingen. Jeg er veldig glad for at vi tar en skikkelig gjennomgang, for det er litt slitsomt å ha disse diskusjonene om ventelister om og om igjen, hvor man mistenkeliggjør og mener at noen jukser og trikser. Jeg tror ikke det er noe særlig all right for dem som jobber i systemet heller, stadig å få disse beskyldningene mot seg.

Takk til statsråden som kjem til Stortinget og gjer greie for denne saka, som har fått stor merksemd, og det er det god grunn for. Når det kjem fram opplysningar om at det her sannsynlegvis er skjedd ei praksisendring ute i helsetenesta når det gjeld kvar pasientane står i kø, og at dette ikkje har vore helsemyndigheitene si side, må jo Stortinget få informasjon om kva som eigentleg er bakgrunnen for dette. Når vi får vita at berre ved éin klinikk ved Oslo universitetssjukehus står det no over 15 000 i ein intern kø, mens den offisielle ventelista viser berre litt over

dei bad regjeringa den gongen om å setja ein juridisk bindande frist for forløpstider etter at vurdering er gjort. Dette vert ikkje Men fleire høyringsinstansar den gongen åtvara nettopp mot det vi ser no. Dei åtvara mot at ein forkorta frist for vurdering kunne føra til at fleire pasientar får rett til frist for utgreiing i staden for rett til frist for behandling. Helsedirektoratet uttalte: «Forkortet vurderingstid kan bidra til at flere pasienter enn i dag får rett til helsehjelp i Lovisenberg Diakonale sjukehus uttalte: «Når man forlater kravet om at man skal søke å avklare pasientens tilstand innen vurderingsfristens utløp, og i stedet alltid skal kunne basere seg utlukkende på henvisningen, vil det langt lettere legitimere en praksis der man alltid setter behandlingsfristen lik første oppmøte hos spesialisthelsetjenesten.» Legeforeningen uttalte

løpet av den korte fristen. En del pasienter vil med dette risikere å vente for lenge på behandling, noe som ikke vil fremkomme i noen ventelisterapporter ettersom fristen innfris ved utredning.» Det vart òg problematisert frå departementet si side at denne lovendringa var heilt avhengig av at vi fekk gode tilvisingsrutinar fordi vurderinga måtte verta gjord på grunnlag av tilvisingane, og det vart grundig beskrive korleis ein skulle setja i verk tiltak for å sikra at det vart gode opplysningar i tilvisinga som gjorde at ikkje alt av vurderingar måtte skje etter første med pasienten i spesialisthelsetenesta.

årsak til det vi no ser. Det står heilt tydeleg presisert frå Stortinget si side i 2012 at dersom ein såg ei praksisendring, så skulle ein setja i verk tiltak, for dette var ikkje intensjonen. Det er her statsråden og departementet har feila, så kan andre diskutera kven som er flinkast til å driva med pasientbehandling. Takk til statsråden for en grundig gjennomgang. Det er

Det er interessant å høre hvordan Ahus har redusert antallet korridorpasienter gjennom systematisk jobbing det siste året. Det var en debatt i fjor sommer. Jeg syntes det sto dårlig til når det var så mange korridorpasienter ved et av de største og nyeste sykehusene i Norge, men det viser seg at de har gjort en innsats.

men som representanten Wilhelmsen Trøen var innom: Ruspasientene har jo fått kortere ventetid, men barn og unge i psykiatrien har ikke fått det alle steder. Det er alvorlig, og vi må gjøre systemet bedre slik at de får raskere tilgang til spesialisert psykisk helsehjelp. Jeg vil vende oppmerksomheten mot Australia, hvor komiteen var på komitéreise. Vi oppmerksomheten mot Australia, hvor komiteen var på komitéreise. Vi fikk på mange områder se en nasjon som satser systematisk på IKT, også i helsesektoren, og vi fikk se store flytskjermer som overvåket deler av helsetjenesten og hvor det var flaskehalser. Denne typen helselogistikk savner jeg foreløpig i norske sykehus, at vi kan jobbe mer systematisk med det. savner jeg foreløpig i norske sykehus, at vi kan jobbe mer systematisk med det. Vi fikk høre hvordan de utvikler de nasjonale digitale motorveiene i Australia, og hvordan staten leder an i standardiseringen, men slipper til private for både å utvikle og skape kapasitet. Så vi har noe å lære. Det er gledelig at det med revidert nasjonalbudsjett ble 400 nye studieplasser. 200 av dem er øremerket helse og IKT. Jeg har forventninger om at vi etter hvert får en sterkere nasjonal infrastruktur, og denne typen studieplasser er en viktig del av det. Venstre kommer til å følge denne diskusjonen om ventelistene nøye. Det er ikke noe mål å flytte på pasienter og skjule køer. Det skal vi bort fra, enten det er internt i sykehusbyråkratiet eller i den offentlige statistikken. Det er også verdt å minne om en debatt vi hadde her i går og et oppslag i Aftenposten i dag om en verdighetsgaranti, der den forrige regjeringa hadde som mål å skape 12 000 nye plasser i helse- og omsorgssektoren og greide litt over 2 000. Det viser hvor krevende helsesektoren er å styre, men vi skal fortsette å skaffe oss kunnskap om den. Det er tre sentrale temaer som har vært oppe i diskusjonen. Jeg skal komme tilbake til

Det resonnementet faller på ett vesentlig punkt, det er at denne endringen startet i 2011, og den endringen har vært kontinuerlig fra 2011. Det kan ikke være slik at representanten Toppes resonnement er det som forklarer denne utviklingen. Det er også slik at de lovendringene som trådte i kraft 1. november 2011, nettopp bidrar til at sykehusene i mye større grad er nødt til å planlegge og ha oversikt over pasientforløpet i sykehusene, det som noen her med forakt kaller interne ventelister. Det er god oversikt over de pasientene som har behov for et kontinuerlig behandlingsforløp i sykehusene. Men vi vil vite hva som er årsaken til at denne endringen startet i 2011. Det er ikke sikkert at det er endringen startet i 2011. Det er ikke sikkert at det er negativt, tvert imot, det kan være gode, positive grunner for en slik dreining, men det vil da være en del av Helsedirektoratets oppdrag. Det andre er den moderate økningen i avviste pasienter. Dette er også noe vi vil finne ut av, men bl.a. ny prioriteringsveiledning og tydeligere krav til kvaliteten på henvisningene kan ha bidratt til det. Så til det siste momentet, at man framstiller det som om mennesker er flyttet fra en åpen kø til sykehusene til en såkalt skjult intern kø. Når pasientens henvisning er vurdert og pasienten kommer inn til enten utredning eller behandling, skal pasienten inn i et pasientforløp. Det er ikke noe skummelt eller farlig med det, er slik det er, og det er veldig bra at sykehusene har mer oppmerksomhet på og oversikt over dette, for det er ikke bare en målsetting å redusere ventetidene til sykehus, men også ventetidene i sykehus. De rapportene vi har bl.a. fra Helsedirektoratet og fra Helse Sør-Øst, vårt største helseforetak, tyder nettopp på det, at ventetidene ikke bare går ned til sykehus, men også i sykehus. Så forstår jeg at dette gjør vondt for Arbeiderpartiet. Da de selv satt i regjering, forsøkte de å bortforklare de økte køene med at dette egentlig var en god nyhet for pasienten. Som forrige helseminister, Jonas Gahr Støre, sa: «Når helsekøene i Norge øker, er det ikke fordi ventetidene går opp, men fordi vi er i stand til å hjelpe stadig flere, og flere får henvisning.

vi hjelper stadig flere. Gahr Støres resonnement holder ikke. Det var en bortforklaring. Når denne regjeringen nå oppnår disse resultatene, prøver Arbeiderpartiet å bortforklare de gode resultatene med å starte en diskusjon om statistikk. La meg være veldig klar: Når det gjelder både gjennomsnittlig ventetid og antallet ventende pasienter, er tallene sammenlignbare over tid. Det betyr at Arbeiderpartiet må tåle at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og både antallet pasienter som slipper å vente, og at ventetiden går ned. Det er en god nyhet, det er en del av et veldig klart og sentralt innhold i pasientens helsetjeneste. Når Norge sammenlignes med andre land internasjonalt, er et av de punktene vi får kritikk på, nettopp at for mange pasienter venter for lenge. Vi kommer til å jobbe hardt for at disse resultatene blir

Jeg tar

Takk

Stortinget klar til å gå til votering. Men før vi kommer så langt, vil statsråd Bent Høie overbringe fem kgl. proposisjoner.

forslag nr. 19, fra Geir Sigbjørn Toskedal på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre forslagene nr. 20–22, fra Geir Sigbjørn Toskedal på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 23, fra Geir Sigbjørn Toskedal på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 24–26, fra André N. Skjelstad på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslagene nr. 1–14, fra Høyre og Fremskrittspartiet. Forslag

Dermed er

i denne sammenheng om Stortingets forretningsordens § 40 første ledd første og annet punktum, der det heter: «Forslag som er omhandlet og utformet i en komitéinnstilling, tas opp til avgjørelse sammen med innstillingen når forslagsstilleren krever det. Det samme gjelder andre forslag vedrørende samme sak når de er forhåndsvarslet ved innlevering til presidenten gjennom Stortingets administrasjon senest kl. 08.30 den dag saken skal behandles i Stortinget.» I samme første ledds femte punktum heter det: «I særlige tilfeller kan Stortinget med to tredjedels flertall vedta å sette bestemmelsene i første og annet punktum ut av kraft.» Presidenten har oppfattet det slik at det er enighet om å godta at forslaget fra Kristelig Folkeparti tas opp til votering. Er det noen innvendinger mot dette? – Så synes ikke, og det er da vedtatt. Det voteres over representantforslaget fra Senterpartiet. Forslaget lyder: Stortinget ber Stortingets presidentskap innhente en uavhengig juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs finanstilsyn og forholdet til Grunnlovens bestemmelser knyttet til suverenitetsoverføring, og

til forslaget. Det voteres så over følgende forslag: «Dokument 8:104 S – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete om en uavhengig juridisk betenkning om suverenitetsavståelse over tilsyn av finansmarkedet i Norge og forholdet til Grunnloven – vedlegges protokollen.»